som jeg i hvert fall konstaterer at det store flertallet av befolkningen i gallup sier de ikke ønsker, og som jeg egentlig heller ikke tror at stortingsflertallet ønsker. Da må vi kunne ha en dialog om hvordan vi kan få til den positive effekten fra f.eks. Vinje, og noen andre kommuner, uten å få den negative effekten som få vil ha. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Jeg vil først understreke at jeg tror statsråden misforstår. Det er vel ingen i denne salen som vil ha et totalt frislipp, verken Fremskrittspartiet, andre partier eller enkeltrepresentanter hvor det måtte være. Dette tolker jeg på den måten at statsråden har en dårlig sak. Han har en dårlig sak ved at han ikke vil se eller ønsker eller tror at det kommunale selvstyre er det som best kan ivareta disse interessene. Jeg tror heller ikke at den som er interessert i snøscooterkjøring, er en mann på 50 år, som er motorinteressert og ikke har noen andre interesser. Nei, det er et spekter av hele befolkningen. Det er menn i alle aldre, det er damer i alle aldre, det er mye ungdom, og det er familier som bruker snøscooteren til rekreasjonskjøring. Det handler livskvalitet – å bruke tiden sin til det man synes er riktig, og for enkelte er det å komme ut i naturen ved hjelp av snøscooter. Det handler om kommunalt selvstyre, som jeg nevnte, og det handler også om næringsutvikling. Det er i hvert fall tre ting, og kanskje flere ting snøscooter handler om. Næringsutvikling er viktig. Jeg bor i Hedmark, og det er nabofylket til Värmland i Sverige. Hver helg ser jeg en strøm og jeg understreker en strøm – av norske biler med hengere med snøscooter bakpå som reiser inn fredag ettermiddag til Sverige, leier seg inn på hotell, hytte eller kanskje de til og med har kjøpt et småbruk, og er der i helgen. Der er det godkjente – jeg understreker godkjente – traseer. Det å bruke dem gir dem livskvalitet. Ved at de er der, legger de igjen mange penger både i form av reparasjoner og service på snøscooteren, kjøp av mat, husrom, bensin, utstyr og hva det nå måtte være. Dette kunne vi heller valgt å legge igjen i Norge og dermed styrket dem som f.eks. driver med turisme i vinterhalvåret. Det er vanskelig å drive med turisme i vinterhalvåret, og da er dette i hvert fall en av de tingene som vil være med på å bidra til at næringsgrunnlaget blir større. Ellers vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har vært på denne talerstolen og pratet om det positive ved det. Det ble nevnt at denne saken kanskje har vært oppe sju ganger. Jeg tror faktisk den har vært oppe enda flere ganger. Det vil vel si at det er stor interesse for denne saken. Jeg skjønner ikke at ikke Senterpartiet, f.eks., presser hardere på resten av regjeringen, slik at det blir gitt tillatelse i godkjente traseer for snøscooterkjøring. Jeg understreker at dette ikke handler om frislipp av snøscooterkjøring, men at det skal foregå under kontrollerte Når statsråden viser til den undersøkelsen i Nationen her om dagen, tviler ikke jeg på at hvis en spør alle i Norge om de sier ja eller nei til snøscooterkjøring, får man et nei, men hvis man spør dem om de vil ha lokalt selvstyre, får man et ja.
Over hele Distrikts-Norge eksisterer det i dag mange planer for utvikling og verdiskaping – planer lagt av folk som vil skape sin egen framtid, som har troen på at her skal vi ikke bare overleve, men her skal vi vokse. Dessverre er det mange som opplever at det blir stukket kjepper i hjulene for dem, også fra denne salen. Folk som ønsker å skape bolyst, nye arbeidsplasser og turisme, bør applauderes og løftes fram, ikke hindres. Dette er mennesker som tar et betydelig ansvar på vegne av storsamfunnet og det internasjonale samfunnet. På grunn av måten folk i Distrikts-Norge har skjøttet naturen på, har vi i dag områder som framstår så attraktive at de må vernes. Da er det viktig at de samme folkene får mulighet til å skape ny næring og opplevelser knyttet til disse naturområdene. Det handler om trivsel, det handler om muligheter for eldre og folk med nedsatt funksjonsevne til å oppleve vår fantastiske natur, og det kan skape arbeidsplasser. I den saken vi i dag diskuterer, er det mange hensyn som må balanseres opp mot hverandre. På det ene ytterpunktet har vi hyttefolkene som vil reise ut fra byen

og bygningsloven. Folk som er tettest innpå naturområdene, som er tettest innpå de konfliktene som kan oppstå rundt dette, er de som er best egnet til å lage gode løsninger. Jeg har i denne debatten opplevd et godt signal fra statsråden om muligheter for mer lokal myndighet. Jeg mener at dette godt ivaretas – også det som statsråden er opptatt av – gjennom plan- og bygningsloven. Folk som vet hvordan plan- og bygningsloven fungerer, vet hvordan plan- og bygningsloven fungerer, vet utmerket godt, med den klageadgangen som er, at det ikke representerer noe frislipp. Derfor vil jeg avslutningsvis understreke at vi imøteser den varslede gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark.
Denne debatten begynte veldig bra. Det var faktisk ordentlig spennende og behagelig å sitte her og høre den ene taleren etter den andre fra posisjon og fra opposisjon være soleklar på at det er behov for endringer i loven om motorferdsel i utmark, at de har stor tillit til kommunene og lokaldemokratiet, og at dette er det mulig og nødvendig å gjøre noe med. Så brast idyllen da statsråden kom på talerstolen og klart slo fast at her var forsamlingen på feil spor – det var helt andre problemstillinger det gjaldt. For det første starter statsråden med å si at vi andre er på et spor der det er retorikk og påstander. Ja, statsråden fulgte i hvert fall godt opp med å gå fullstendig i en grøft som ingen representanter har nevnt, nemlig fullt frislipp, gjennomgående løypenett i hele landet – det var problemstillingen. Ingen andre representanter har i forbindelse med saken eller i debatten nevnt det. Det er å ta retorikken helt ut og lage problemer i en debatt som var på et godt spor. Det skuffer meg veldig. I tillegg er det faktafeil når det slås fast at støy og skade på naturen er det store problemet ved snøscooterkjøring. Det er det altså ikke – det vet vi som er i de områdene der det er mye brukt. Så var det retorikken om det enkle spørsmålet om en ønsket det enklere å kjøre i skog og utmark. Det er ikke et enkelt spørsmål når du ikke vet alternativet. Hva skal du da ta stilling til? Det er klart at en kan få sånne svar ut av det, men det er jo hva alternativet er, en må jobbe med, og det er altså det opposisjonen ber om i denne saken. Dersom det ikke ønskes gjennomgående

Her er det gjennomsyret av en total mangel på tillit til det folkevalgte nivå. De som sitter i kommunene rundt om i landet, er folkevalgte og kan bestemme dette på vegne av de folkene som har stemt dem inn, og de folkene har stemt dem inn på grunnlag av meningene deres. Hvorfor er det ok å kjøre på viddene i Finnmark, men ikke i Setesdal Austhei? Hvis statsråden kan forklare meg den store prinsipielle forskjellen på det, skal det bli en spennende debatt videre. Som statsråden sa, er scooterpolitikk og bruk av scooter i Finnmark svært viktig. Jeg har bare lyst til å ha det som et utgangspunkt for mitt innlegg. Jeg vil ta opp noen problemstillinger som vi har. har. I dag avslår Fylkesmannen i Finnmark konsekvent alle kommunestyrevedtak om sammenkobling av scooterløyper hvis det ikke kuttes tilsvarende kilometer i eksisterende løypenett. Dette er neppe hjemlet i motorferdselsloven eller i forskrifter, men så vidt jeg vet, er det i et brev fra departementet gitt uttrykk for en slik praksis i påvente av revideringen av motorferdselsloven. motorferdselsloven. Vi er mange som er utålmodige i forhold til at det skal skje noe med det videre arbeidet med lovverket. Den samme utålmodigheten kommer også sterkt til uttrykk fra en enstemmig komité. Lokale politikere har fått tillit fra befolkningen og myndigheter til å fatte beslutninger som berører folks liv og helse og utdanning, men også når det gjelder plan- og bygningsloven, for å nevne noe, men vi tillater ikke lokaldemokratiet å foreta fornuftige justeringer av et løypenett. løypenett. Vi som sitter i denne sal, har muligheten til å endre det, og den utfordringen bør vi ta. For mange kommuner og for lokaldemokratiet generelt oppleves dette som et kraftig overtramp. Det er sterke ord, men noe jeg synes det er viktig å formidle i debatten i dag. Dette går ut over lokaldemokratiet og regionaldemokratiet.

gjennomføres. Det er derfor mange som stiller seg spørsmål om hvorfor dette skjer når man vet hvilke sentrale politiske signaler som er gitt med hensyn til at man ønsker å lempe på restriksjoner for reiselivsnæringen i motorferdselsloven. Jeg stiller det samme spørsmålet. Det er stor politisk enighet på tvers av partigrensene i Finnmark om at kommunene i fylket må få anledning til å knytte sammen sine scooterløyper uten at de samtidig skal pålegges å kutte tilsvarende i sine eksisterende enighet på tvers av partigrensene i Finnmark om at kommunene i fylket må få anledning til å knytte sammen sine scooterløyper uten at de samtidig skal pålegges å kutte tilsvarende i sine eksisterende løyper. Jeg er derfor glad for de signaler statsråden har antydet her i salen i dag. Helt til slutt: Hvis man kjører mer enn 300 meter utenfor en merket løype på en islagt innsjø, risikerer man å bli bøtelagt med mange tusen kroner. Tenk dere at man kjører en båt på Oslofjorden og er mer det. Jeg anmoder pent fra denne talerstolen om at denne praksisen også blir gjennomgått når arbeidet med loven en gang i nær framtid forhåpentligvis

Denne plassen har vi et sterkt ønske om å kunne bruke både til næringsformål og til rekreasjon. Hvis man benytter dette fortrinnet godt, gir det både bolyst, trivsel og arbeid, slik flere har vært inne på. Dette er noe som legger et godt grunnlag for både bosetting, Dette er ikke noe frislepp; det er faktum. Heller ikke i distriktene kan vi leve av bare luft og kjærlighet, slik noen i sentrale strøk tror. Samtidig er vi som bor ute i distriktene, veldig opptatt av å ta vare på naturen og miljøet der vi bor, ikke minst for de kommende generasjoner. I så måte vil jeg si det så sterkt at vi trenger ikke noen påpassere fra Oslo eller andre steder for å fortelle oss noe som helst om dette. Dette har distriktsbefolkningen mest kompetanse på. Etter min mening må vi få langt flere ordninger som er differensiert ut fra tilgangen på areal, folkemengde og muligheter. Når det gjelder bruk av

på dagsordenen, og her har vi et godt grunnlag for å lage gode ordninger som er tilpasset de omgivelsene og de geografiske områdene reglene skal gjelde for. Dette er god distriktspolitikk, det er god næringspolitikk, og det er god miljøpolitikk. Og som flere har vært inne på: Soria Moria-erklæringen sier klart at vi skal fullføre i denne stortingsperioden, slik flere andre har nevnt. Jeg ser fram til denne behandlingen, og det vet jeg at mange, mange andre ute i distriktene gjør. Jeg tilhører dem som er

vi ser at det er vår i Oslo: I mange deler av landet er det snø. Når snøen er borte, er også scootersporene borte. Det må vi huske. Plass er dét vi er velsignet med mye av i dette landet, og vi har plass til både dem som vil gå på ski og være i ro og ha stillhet, og dem som ønsker å bruke snøscooter for å komme seg ut. Og det er helt vanlige familier som ønsker det. Saken om lov om motorferdsel er en sak som har et stort engasjement rundt om i mange deler i landet. Regjeringen har i regjeringserklæringen sagt at den skal fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel. Fra Senterpartiets side mener vi det nå er på tide å få ferdig gjennomgangen. Utålmodigheten er svært stor. Erfaringen fra forsøkskommuner med lokal forvaltning viser gode resultater. Plan- og bygningsloven er et godt verktøy for lokal forvaltning av snøscooterpolitikken. Fra Senterpartiets side mener vi at kommunene er de som er best egnet til å forvalte lov om motorferdsel. Det er vår klare posisjon i det videre arbeidet i regjeringen, slik representanten Erling Sande uttrykte det i sitt gode innlegg. I det fylket som jeg kommer fra, Troms, er det et stort engasjement rundt saken, som jeg nevnte innledningsvis, både i distrikt og i by, men det er i distriktene vi har den store plassen til denne type aktivitet. Og det er ikke noe frislepp av snøscooterkjøring det her er snakk om – det er viktig å understreke det – det er ikke noe frislepp det her er snakk om. Derimot er det snakk om en regulert bruk av snøscooter, rekreasjonskjøring, der vi i Senterpartiet mener at bruk av plan- og bygningsloven er et godt utgangspunkt. Da vil man få skilt snøscooterløype og skiløype fra hverandre, til beste for alle parter. Det har våre naboland klart å få til. Da skulle det bare mangle at ikke vi skulle klare å få det til også i dette landet! Senterpartiet er opptatt av lokal forvaltning, og vi er opptatt av at vettet er jevnt Sunt, lokalt folkevett i snøscooterpolitikken bør være et slagord som også regjeringen må kunne bruke for sin politikk på dette området. Fra Senterpartiets side ser vi fram til at lov om motorferdsel nå blir ferdig, og vi forventer en egen sak til Stortinget om dette nå i vår.

eller som har sagt det. Så eg er veldig usikker på om det då er klokt av statsråden å bruke sitt innlegg på å argumentere mot den typen karikert syn, som veldig få av oss kjenner oss igjen i. I alle fall må eg seie frå Senterpartiets side at eg kjenner meg ikkje igjen i å bli tillagt eit sånt syn. Vi burde fokusere denne debatten på å sjå på positive og negative sider ved ulike former for regulering. Det hadde vore den konstruktive måten å gå inn i ein sånn debatt på. Vi, frå Senterpartiets side, peiker på – som representanten Lange Nordahl var inne på – lokaldemokratiet, lokale folkevalde, og vil gje dei nettopp høve og reiskap til å regulere dette politikkområdet. Så har eg òg lyst til å åtvare mot ein retorikk som går i retning av at alt ansvar som blir overlate til lokale

at dette er høgst oppegåande, lokalt folkevalde som i stor grad er opptekne av å finne gode løysingar for dei som bur og lever i desse områda. Så har eg òg lyst til å gje kreditt til representanten Harberg for å vise eit eksempel på kvifor gjennomgåande løypenett kan vere ei god løysing nokre plassar. Det kan tenkjast at ein ved å finne eit område som og bruke det til ferdsel, finn ei løysing som nettopp skånar natur, busetjing og hyttebygging andre plassar. Så lat oss ikkje gå i skyttargravene, men prøve å finne gode løysingar på korleis ein kan gje lokalt folkevalde reiskapar for fornuftig regulering av dette

Jeg må si at jeg stusset ganske mye da jeg hørte statsråd Solheims innlegg i denne saken. Det er helt riktig som mange sier, at man reagerer når man hører statsråden bruke ordet fullt «frislepp» når det gjelder snøscooterkjøring. Det er det ingen som har tatt til orde for i denne sal så lenge jeg har vært med og debattert denne saken – og det går tilbake til 1997. Så jeg vil gjerne at statsråd Solheim kommer opp på talerstolen og begrunner eller viser til hvor det står, eller hvem det er som har sagt at man ønsker fullt frislepp. Så bruker statsråden mye tid på å vise til meningsmålinger som han bruker som argumentasjon for å gå imot snøscooterkjøring og å åpne opp i regelverket. regelverket. Da vil jeg også utfordre statsråden til å klargjøre om det er et nytt prinsipp regjeringen har begynt å følge, at man følger meningsmålinger. Jeg trodde det skulle være faglig argumentasjon som skulle være gjeldende i denne debatten. Jeg må si etter å ha hørt innlegget til statsråden at det er fullstendig mangel på faglig substans i hans innlegg. Det finnes ingen faglig argumentasjon. Han bruker meningsmålinger og han bruker frislepp av snøscooterkjøring som argumentasjon. Ellers er det en ganske merkelig debatt. Alle er enig i saken, det er vel i realiteten ingen som argumenterer imot. Men jeg må si at da vil avstemningsresultatet kanskje bli enda mer forunderlig når det ikke blir flertall for de forslagene som opposisjonen har i denne saken og som helt sannsynlig blir nedstemt. Maken til dobbeltkommunikasjon fra de rød-grønne stortingsrepresentantene skal man lete lenge etter i denne saken. Man er enige helt til det kommer til votering, da stemmer man imot. Men utad i media ser det selvfølgelig ganske bra ut. Jeg håper jo at noen etter hvert også kan begynne å gripe fatt i det. Jeg håper jo at noen etter hvert også kan begynne å gripe fatt i det. Jeg startet mitt innlegg med å kritisere statsråden. Jeg skal slutte med å gratulere statsråden med seieren i denne saken. Miljøverndepartementet vinner stadig fram med sin motstand mot dette, helt uavhengig av om statsråden kommer fra SV eller fra

Det ville være en ny praksis. Hvorfor vil Høyre gripe fatt i dette, og opposisjonen og regjeringspartiene, hører jeg i salen nå? For det første er det umulig å lage nasjonale, rettferdige regler som ivaretar behovene rundt om i Kommune-Norge. Motorferdsel i utmark er faktisk en viktig infrastruktur mange steder – andre steder er det overhodet ikke det – men noen steder er det en viktig infrastruktur. Næringsvirksomhet har vært nevnt. Det er absolutt et viktig element i store deler av landet. Når det gjelder rekreasjon, vet jeg ikke om jeg får svar på det med de ulogiske grensene og forskjellen på Finnmarksvidda og Setesdal Austhei. Vi har gode erfaringer med forsøk, og jeg har lyst til å utfordre statsråden på hvor i forsøkene han så frislepp, siden han er så opptatt av det som alternativ. Vi har gode erfaringer fra forsøkene, og vi har gode erfaringer fra nabolandene, som ikke minst får bukt med ulovlig og ukontrollert kjøring. Erfaringene fra nabolandene er at folk har stor respekt for de traseene som er valgt, og de går ikke utenfor dem. Vi har demokratiske prosesser som kan ivareta dette i kommunene. Det er altså bare å si at det kan gjøres der, og så er prosessene på gang. Så må jeg få lov til å gi honnør til glitrende innlegg fra regjeringspartienes representanter her i Stortinget. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Så blir det litt underlig, som Korsberg også var inne på, når det er slik dobbeltkommunikasjon. Irene Lange Nordahl sa fra talerstolen her at hun forventer en sak. Hun sa til avisen Nye Troms i forrige uke at tålmodigheten er slutt. Man krever en avklaring på denne saken nå i vår. Men de stemmer altså imot forslaget om å få evalueringen fram våren 2012. Tydeligere dobbeltkommunikasjon er det lenge siden jeg har sett, og det kan være de har behov for å forklare dette. Så kan jeg også bare bekrefte at regjeringspartiene – de to partiene som har vært oppe og flagget at de vil gjøre noe – kan stå med rak rygg, for rundt om i Kommune-Norge er det nå stadig flere representanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet som vil ha en avklaring. Jeg har et oppslag her fra Setesdølen, der representanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gått til Fylkesmannen og spurt: Kan vi ikke få lov å bli prøvekommuner vi også, for vi må få gjort noe med dette? Jeg trodde kanskje det også betydde noe for statsråden. Jeg må også kommentere, selv om det er egen statsråd. Jeg klarer ikke å la være! Du snakket i ditt innlegg om scooterpolitikken i Finnmark og Sverige, og stilte spørsmål om vi ville ha de samme tilstandene som vi har i Finnmark. Som finnmarking må jeg stille spørsmålet: Hva er galt med det? De aller fleste i Finnmark lever godt med de mulighetene som ferdsel i utmark gir, og hvordan det skjer, enten det er over skrevs på en scooter, på ski, eller til fots. Faktum er at uansett hvordan en kommer seg ut i naturen, gir det glede, det gir naturopplevelser og det gjør noe med oss som ferdes ute i naturen. Det synes jeg det er verdt å ta vare på. Vi har et løypenett som tar de nødvendige hensyn, og som ligger innenfor intensjonen i loven. Vi ønsker ikke frislipp. Vi ønsker regulerte forhold, men vi ønsker små justeringer. justeringer. Til representantene Korsberg og Harberg: Vi har den unike muligheten til å ta dette opp internt i regjeringen, så vi dobbeltkommuniserer ikke, men vi kommuniserer via talerstolen de utfordringene og de problemstillingene som vi ønsker å diskutere med regjeringen. Vi håper selvfølgelig at vi når fram, og at det ender med det vi alle ønsker: noen justeringer. Presidenten vil minne om at også tiltale til egen statsråd skal rettes til presidenten.

Det er vanskelig, det! Jeg er selv utdannet på det feltet, og har lang arbeidserfaring, men der er det ikke noe spørsmål om hvem som skal ha avgjørelsen. Vi vet jo at det er mulig å anke og klage, og det bør det være i enhver sak, men det er lokalpolitikerne og ikke Fylkesmannens miljøvernavdeling eller byråkrater som sitter på Akershus festning, som er best utstyrt til å ta stilling til snøscooterkjøring om det er i forretningsøyemed eller det er rekreasjonskjøring – bare så det er helt klart. Jeg må si at alle innleggene som vi har hatt i dag, går jo nettopp på dette. Man vil åpne opp litt, ikke ha fullt så strenge, rigide regler, og så overføre myndigheten der den hører hjemme. Det bør vi alle satse på, og det er jo å håpe at tatt ad notam, og at man kommer til Stortinget med en ny lov som regulerer dette.

fleire påpassarar frå Oslo eller andre stader. Det er ei veldig god beskriving på at tillit til eit lokaldemokrati faktisk er det vi treng. Den tilslutninga som er komme til det frå alle representantane her, stadfestar òg at lokaldemokratiet skal vere ein berande bjelke. Så kjenner ikkje eg historiemannen Korsberg, men eg støttar han fullstendig i det han seier om dobbeltkommunikasjon. Eg meiner ærleg talt at regjeringspartia bør setje seg i dobbeltkommunikasjon. Eg meiner ærleg talt at regjeringspartia bør setje seg i lag og ta den debatten og komme her i salen og snakke med éin tunge, slik at vi veit kva som er regjeringa sin politikk. Eg har tidlegare i ein rovviltdebatt spurt statsrådar frå Senterpartiet om det ikkje er slik at regjeringa sin politikk òg er Senterpartiet sin politikk. Eg trur det ville vere ein stor fordel for forsamlinga her at vi fikk regjeringa sin politikk servert. Elles må eg seie at det er jo tre gode forslag i denne saka. Eg kan godt forstå at det er eit problem for enkelte å følgje Høgre sitt forslag om å la Balestrand prøve ut eit prosjekt, der ein brukar plan- og bygningslova til å handsame saker, når kommunane får handa på rattet i forhold til å behandle den typen saker. Eg vil berre minne om at eit samrøystes fylkesutval i Sogn og Fjordane faktisk anbefaler ein slik modell. Likevel blir det nedstemt. Høgre har fremma forslag om at evalueringa av desse forsøksprosjekta faktisk skal bli lagd fram for Stortinget. Kvifor kan ikkje Arbeidarpartiet og Senterpartiet presse sin statsråd slik at det i alle fall blir sagt frå talarstolen her og bekrefta i vedtak at denne evalueringa skal opp i Stortinget? Det er akkurat når det gjeld det tredje forslaget, der ein ber om at det blir fremma ei sak om motorferdsel i utmark, og der kommunane får større myndigheit – at det blir fremma ei sak om det i Stortinget. Eg kan ikkje fatte og begripe at det ikkje skal vere mogleg å støtte desse forslaga som ligg her. Det ville vere hurtigmetoden for å få ei endring i ei sak der alle er einige – bortsett frå statsråden og SV. Samarbeid er å gi og ta. Spørsmålet er om bortsett frå statsråden og SV. Samarbeid er å gi og ta. Spørsmålet er om dette verkeleg er den hjørnesteinen i SV som det er umogleg å flytte på. Representantar frå alle parti, for at lokaldemokratiet skal få eit visst armslag. Sjølv har eg besøkt ein kommune i Nordland der eg fekk sjå eksempel på korleis ein lokalt handterer scooterkøyring – då lagt etter plan- og bygningslova – med høyringsrundar der alle kunne få lov til å kome med sine synspunkt på korleis dette skulle gjerast. om ei løype og ei løysing som alle syntest var grei – og det har fungert. Det har fungert i mange år, og ein har berre gode erfaringar med det. Spørsmålet er då: Kvifor ikkje gi ei avklaring i ei sak som er meir enn overmoden for ei avklaring? Det vi opplever i dag, er at statsråden frå SV ikkje er villig til å gi lokaldemokratiet spelerom, men er villig til å bryte lovverket for forsøkslova er heilt tydeleg på kor lenge forsøka skal vare. Ein ønskjer på ein måte ikkje å rippe så veldig mykje opp dette. I frykt for å øydeleggje for dei kommunane som er inne i forsøksordningar, og der dette fungerer godt, lèt ein vere å setje trykk på det. Men det er eit faktisk forhold at lovverket er brote – ein til ei avklaring og å få dette regulert på ein ordentleg og skikkeleg måte. Lat no denne saka få ei løysing til glede og nytte for lokaldemokratiet, for funksjonshemma, ikkje minst, og sist, men absolutt ikkje minst, for fornufta si skyld – og slik eg ser det no, er det SV, og SV aleine, som står i vegen for det. Von dess!

Jeg synes vi egentlig har hatt en god debatt med meningsutvekslinger. At det er nyanser og litt forskjellige oppfatninger mellom partiene i regjering – om det nå er denne regjeringen eller andre regjeringer som har sittet – har det vel vært til enhver tid. Jeg synes dette er en viktig sak å diskutere, så vi kan komme oss videre. Det kan heller ikke være noen sensasjon,

statsråden, som har blitt beskyldt for både det ene og det andre, er villig til å være med på å gå noen runder, sånn at man kan få til en best mulig løsning, bl.a. for distriktene, når det gjelder motorferdsel i utmark. Det er jeg rimelig sikker på. Jeg synes det er viktig å ha det med i debatten. Jeg vil til slutt si følgende: Det er vel ingen som har sagt – det jeg har hørt i alle fall – at det skal være fritt fram og frislepp. Dette skal foregå i regulerte former. Jeg er sikker på fall – at det skal være fritt fram og frislepp. Dette skal foregå i regulerte former. Jeg er sikker på at vi skal klare å løse det på en best mulig måte. Som jeg sa i mitt forrige innlegg, har vi hatt mange store saker som vi har løst, bl.a. var jeg inne på forliket om rovvilt, og jeg er sikker på at vi også skal løse denne saken og komme noen skritt videre. La meg si meg enig med

at vi skal ha noe frislepp av scooterkjøring, men som ønsker å ha dette i regulerte former – og den oppmykningen som jeg også har tatt til orde for, for å komme i møte den delen av befolkningen som ønsker mer adgang til scooterkjøring. Kåre Simensen sier at han ønsker småjusteringer av regelverket, og det er identisk med hva jeg ønsker. Henning Skumsvoll sier at selvfølgelig skal vi ikke ha et sammenhengende løypenett, og det er – igjen – identisk med hva jeg ønsker. Så er spørsmålet: Hvordan får vi til et reguleringsregime som sikrer dette? Svein Harberg trakk for så vidt fram det som er vanskelig, på en veldig tydelig måte. La meg nå være veldig konkret: Hvis du bor i Øyer kommune – der er jeg veldig godt kjent – men på grensen til Ringebu, selvsagt ikke være veldig interessant å få adgang til å kjøre scooter innover i Øyer kommune hvis du ikke også skal kunne kjøre inn i Ringebu. Jeg tror ingen i Norge vil forstå om man bruker kommunegrensene som barriere. Men det er klart at akkurat den samme problemstillingen vil dukke opp på grensen mellom Ringebu og Sør-Fron, mellom Sør-Fron og Nord-Fron, mellom Nord-Fron og Sel og videre oppover hele dalen til Dovrefjell. Hvert eneste sted vil noen bo akkurat på grensen mellom en kommune og en annen. annen. Hvis man tilfredsstiller summen av alle disse lokale ønskene, har man det Stortinget nå sier at vi ikke skal ha, nemlig et sammenhengende løypenett, som er tilgjengelig for alle. Det er jo slik løypenettet er blitt skapt i Sverige, i Finnmark og alle andre steder – ikke gjennom noen overordnet design eller plan fra noe sted, men gjennom summen av enkeltstående beslutninger. beslutninger. Det jeg innbyr Stortinget til en dialog om, er hvordan man skal få til mer lokalt selvstyre. Jeg er 100 pst. enig i ideen om at vettet er likt fordelt i Norge. Selvfølgelig er det ikke mer vett her enn noe annet sted, kanskje er det til og med mindre vett i Oslo, ikke vet jeg – vettet er likt fordelt over hele landet. Det dreier seg om hvordan man skal unngå at summen av enkeltstående beslutninger som er tatt av kompetente mennesker på det beste grunnlag i hver enkelt kommune, blir noe som stortingsflertallet nå sier at man ikke ønsker, nemlig sammenhengende løypenett og det presset om vesentlig mer scooterkjøring som vil komme av det. Det vil også være helt umulig å lage noen avgrensinger hvor dette bare er forbeholdt folk lokalt, eller bare er forbeholdt noen. Det vil i praksis måtte være åpent – tror jeg – for hele Europa. Det er EØS-avklaringer som i så fall må gjøres. Jeg tror det er fordi man nettopp møter denne vanskeligheten, at Høyre ikke gjorde noe i denne saken da de satt med makten til å gjøre det. Det er selvfølgelig et morsomt poeng for Fremskrittspartiet i debatten, men det er også en tung realitet. Verken Høyre eller Kristelig Folkeparti gjorde noe med det. Det er den rød-grønne regjeringen som på viktige punkter – som Erling Sande og flere andre her har vært inne på – har myket opp regelverket. Vi har gitt anledning til dispensasjon for handikappede og for forskjellige former for kjøring for folk som er Vi har åpnet opp for ulike former for næringskjøring. Vi har myket opp et regelverk som var mer rigid under Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Når det var mer rigid under dem, antar jeg at det ikke var av ond vilje, men fordi også Høyre hadde vanskeligheter med å finne den måten å myke dette opp på som sikrer at vi får mer lokal beslutning, men samtidig ikke det Stortinget nå sier at det ikke ønsker.

nok. Jeg skal ikke trekke ut denne debatten, og jeg skal ikke belære verken visepresident Korsberg eller representantene Harberg og Lødemel når det gjelder stemmegivning i salen. Deres utsagn skyldes kanskje at de ikke har vært på Stortinget annet enn som medlem av en opposisjon, og at Korsbergs parti aldri har vært i regjering. Vi som har denne erfaringen, vet at man ikke vedtar pålegg til sin egen regjering, men tar det opp direkte – selv om også dette til tider kan være både krevende og høylytt. Dette kan

på alle hold. Jeg tror at statsråden, særlig ut fra det siste innlegget han hadde, har tatt de signalene som representantene har gitt i dag. I så måte er jeg helt på linje med Tor-Arne Strøm når han sier at vi har greid å løse vanskelige saker før, og vi skal greie det igjen – i den

Lokal forvaltning av snøscooterpolitikken ved bruk av plan- og bygningsloven mener vi er den beste måten å regulere dette på, til beste både for skigåere og for dem som ønsker å bruke snøscooter for å komme ut i naturen. Det er veldig viktig å ha balansen med seg inn i dette arbeidet. Avslutningsvis vil jeg si at jeg synes det er bra at statsråden i sitt siste innlegg inviterer til dialog for å finne gode løsninger på denne saken. Det er jeg helt sikker på at vi skal klare å få til. Det er et stort engasjement rundt denne saken, og jeg er helt sikker på at også statsråden har lyttet til dette store engasjementet. Svein Harberg har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når debatten går over i hva som har vært gjort før, og hvem som ikke har gjort noe for hva som har vært gjort før, og hvem som ikke har gjort noe for flere regjeringer siden, skjønner vi at noen står med ryggen mot veggen. Det er greit nok. Vi skjønner jo også – det er jo slik – det politiske spillet mellom regjeringspartier og opposisjon. Grunnen til at jeg tok ordet, var statsrådens store spørsmål – som han tydeligvis ikke hadde svar på – om hvordan en skulle sikre at summen av tiltakene ikke ble uønsket. Jo, på akkurat samme måte som på alle andre områder som behandles etter plan- og bygningsloven. Det gjør en med strandsoner, det gjør en med hyttebygging, det gjør en med boligbygging – det gjør en med alt annet. På samme måte skal en sikre at det blir et helhetlig, godt bilde når det gjelder dette. Det håper jeg statsråden tar med seg. Med det presset som nå er fra de andre regjeringspartiene, og det at statsråden har fått dette svaret, har jeg tillit til at det nå skjer noe i saken.
Neste taler

i regjering uten at man i realiteten har klart å komme videre med denne saken. Så må man gjerne si, som jeg oppfatter at representanten Arnesen gjør, at dette er noe man liksom tar på kammerset, man gjør ikke det i landets parlament, i denne sal. Men det må da finnes grenser for hvor lenge man trenger å ha møter på kammerset – 6 ½ år er veldig lang tid – og det må finnes grenser for hvor lenge man kan springe rundt love sine egne velgere at man skal gjøre noe med saken, uten at det skjer realitetsendringer, uten at man ser resultater. Det er kanskje det en del rød-grønne representanter nå merker, at deres egne velgere faktisk forventer resultater. Det går ikke an å springe rundt og uttale seg positivt til et mer fornuftig forvaltningsregime her uten at man faktisk også klarer å gjøre noe med det. Men jeg oppfatter signalene som ganske klare, og vi skal i hvert fall følge opp dersom man ikke klarer å levere det man har lovet, denne gangen heller. Så står det tilbake et inntrykk som man uansett ikke kommer utenom. Jeg har veldig vanskelig for å forstå det på noen annen måte i hvert fall enn at statsråden i realiteten utviser en mangel på grunnleggende tillit til folkevalgte representanter i landets kommuner, fordi man problematiserer og sier at selv om vettet er jevnt fordelt, er det altså sånn at det er masse problemstillinger her som disse folkevalgte lokalt ikke er i stand til å håndtere. Vel, jeg tror det stikk motsatte. Jeg er sikker på at våre lokalt folkevalgte er utmerket godt i stand til å håndtere dette,

så gikk han

Stortinget klar til å gå til votering. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i

du kan